Fra representanten Liv Signe Navarsete foreligger søknad om velferdspermisjon i dagene 31. oktober og 1. november. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Vararepresentanten, Steinar Ness , foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. Fra representanten Peter Frølich foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjon i tiden fra og med 16. oktober til og med 29. oktober endres til å gjelde til og med 26. oktober. – Denne meddelelse tas til etterretning. Representanten Carl-Erik Grimstad vil fremsette et representantforslag. Det er en spesiell ære å få sette fram et representantforslag fra Ola Elvestuen, Abid Q. Raja og meg selv om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Representanten Rigmor Aasrud vil fremsette et representantforslag. På vegne av representantene Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og meg selv vil jeg sette fram et representantforslag om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 1–3 på